Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Før møtet heves, vil presidenten opplyse om at neste møte i Stortinget er tirsdag 7. april kl. 12, og at første møte etter påske er tirsdag 14. april kl. 12. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.